altså ingen av disse barna som ville fått opphold. Dette er ikke riktig, for det er faktisk en del av disse som har beskyttelsesbehov. Det ser man i en del av de sakene som blir tatt opp igjen, og i noen av dem som man av ulike grunner klarer å få fram for en domstol, hender det faktisk ganske ofte at forvaltningen har gjort feil. Jeg skjønner at statsråden mener at forvaltningen aldri kan gjøre feil, men det andre er da: Hvorfor stiller man opp vilkår som er slik at familiene overhodet ikke har noen mulighet til å påvirke dem, eller at de ikke har noe med Barnekonvensjonen eller tilknytning til Norge eller vurderinger knyttet til barnets behov å gjøre? For det er det vi snakker om nå – knyttet til barnets behov. Om Norge har inngått en returavtale, eller om den ble inngått før eller etter vedkommende søkte asyl, har vel ingenting med Norges forpliktelse til å oppfylle Barnekonvensjonen eller med barnets behov for å kunne være i Norge Da konstaterer jeg at representanten Andersen og jeg er enig om at de barna som omfattes av éngangsløsningen, i utgangspunktet ikke har krav på beskyttelse, fordi de har fått et negativt vedtak. I motsetning til representanten Andersen har jeg i all hovedsak stor tillit til den jobben som gjøres i forvaltningen på disse områdene. Der har de betydelig bedre innsikt i de enkeltsakene enn det representanten Andersen og jeg har. Derfor er det viktig at vi bygger opp om det systemet. Så er det sånn at på grunn av en rekke ulike forhold har disse barna blitt værende lenge i Norge – ofte fordi foreldrene velger å la være å reise ut. De velger å la være å medvirke til retur. Så har Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre blitt enige om en avtale som gjør at de barna som uforskyldt har kommet inn i en sånn situasjon, i større grad enn i dag likevel skal få rett til opphold. Det burde bejubles av representanten Andersen, for Kristelig Folkeparti og Venstre har fått til noe som representanten Andersen ikke fikk til i sin egen regjering – isteden skapes det en rekke andre inntrykk. Men det er klart, begrensningene som Andersen viser til, er også et resultat av de politiske forhandlingene. Det er noen politiske bremseklosser, slik at ikke alle skal omfattes av denne ordningen, fordi ingen av dem i utgangspunktet har krav på beskyttelse. Replikkordskiftet er over. De talere som heretter får ordet, har en taletid på

I debatten synes jeg å høre noen undertoner av at det var galt å skape forhåpning. I så fall lurer jeg på hvordan en skal bedrive politikk, hvis ikke vi har lov å ha en mening og kjøre på for det. Jeg er nesten fristet til å spørre noen av representantene her om de mener det var galt at vi fikk til løsningen for disse barna. Så ille kan det faktisk historie. Vi kom inn i et saksfelt der det ikke var gjort noe, og vi var nødt til å ta tak i det. Så jeg er glad for at jeg har vært med å bidra til at den éngangsløsningen er kommet på plass – for barn er selvstendige individer, barn er ingen lovbrytere, barn er helt uskyldige. Samtidig som vi holder fast ved det, skal vi respektere spillereglene – ja – og avslag skal ja – og avslag skal føre til utreise. Men det er i denne balansegangen den humane politikken kan komme inn, og Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å bidra til at den blir trukket i den retningen. Derfor gjenstår det nå en avveining av dette, og vi vil følge denne saken nøye framover – med de forskriftene som kommer. Men la det være helt klart at Kristelig Folkeparti støtter tiltakene for å få til en mer effektiv kjede i asyl- og innvandringspolitikken, slik at vi ikke får slike saker på den måten som vi har sett. Det betyr: Vi ønsker en raskere saksbehandling i samsvar med internasjonale konvensjoner, vi ønsker en raskere bosetting, slik at folk kommer seg i sving, vi ønsker en klargjøring av ansvar og plikter, slik at de som kommer, så raskt som mulig blir en del av samfunnet. Men midt oppi dette holder vi fast på at barnets egenverdi har en uvurderlig tyngde, og den ønsker vi å vektlegge. Og faktisk ønsker jeg at folk har forhåpninger – nettopp til Kristelig Folkeparti og regjeringen – på dette området. Ja, det er bra det blir regelendringer. Men det er ikke riktig, som representanten Toskedal sier, at det ikke var gjort noe på forhånd. Det var en situasjon der vi stilte saker i bero, og vi fikk til endringer som var langt større enn dette under den rød-grønne regjeringen. Da satte vi sakene i bero, nettopp for at regelverket skulle komme på plass. Så dette er ikke noen kritikk av at man har gjort så godt som man har kunnet med samarbeidspartnere som ikke vil. Men jeg må bare innrømme at jeg var skuffet da saksordfører fra Kristelig Folkeparti ikke sørget for at dette forslaget i hvert fall ble behandlet raskt, slik at vi hadde fått avklart dette tidligere, for det er den metoden vi har brukt før – nettopp for å sikre at familier ikke skulle bli sendt ut i mellomtida, mens man får et bedre regelverk på plass. Det er flere av disse sakene som etter hvert har blitt omgjort, når de har gått flere runder i rettsapparatet, så det er mer usikkert om avgjørelsen er riktig i alle disse tilfellene. I Sverige og Danmark, der en har andre og bedre rettssikkerhetssystemer rundt klagebehandlingen, blir enda flere saker omgjort i andre instans enn det gjør i Norge. Så er jeg helt enig med saksordfører i at barna i disse tilfellene er helt uskyldige. Det er våre barn, de har vokst opp her, de er norske, akkurat som mine barn og barnebarn. Det er det som er situasjonen. Da har vi som land ansvar for disse barna uavhengig av hva foreldrene har gjort. Det kan være gode grunner til at folk ikke har reist ut, og det kan være dårlige grunner til at de ikke har reist ut – poenget er bare at det er ikke barnas ansvar. Men det er vårt ansvar å passe på at interessene til disse barna blir tatt vare på. Så jeg er veldig glad for at vi får gjort noen endringer på dette området. De er ikke store. Det er regler her som vi er kritiske til, og det må vi få lov til å være, for det er det grunn til. Her er det behov for å se på mye, både på rettssikkerheten på hele feltet og på systemet for klagebehandling – og det trengs bedringer i det systemet. Jeg gjentar igjen: Norge har sluttet seg til Barnekonvensjonen. Nå har vi også lagt inn i Grunnloven at hensynet til barn skal ivaretas, og da er det hensynet til barn – det er ikke hensynet bare til norske barn, men vi har et hensyn å ta også i disse sakene som gjelder lengeværende asylbarn,

Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver gruppe og 5 minutter til statsråden. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre vil presidenten foreslå at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. – Dette anses vedtatt.

Representantene mener planen må ha en ambisjon om at minst 1 000 arbeidsplasser skal vedtas flyttet ut av Oslo innen 2017. Forslagsstillerne mener Statens landbruksforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorats hovedkontor og Direktoratet for nødkommunikasjon er spesielt aktuelle for utflytting. Jeg er glad for å kunne vise til komiteens tilslutning til forslagsstillernes prinsipielle betraktninger og begrunnelser for å spre statlige arbeidsplasser på en bedre måte enn vi har greid så langt. Så må jeg nok legge til at tilslutningen ikke strekker seg langt nok til at forslaget som er fremmet av representantene, får tilslutning fra et flertall i komiteen. Det Jeg tror vi alle er enige om at Oslos rolle som hovedstad ikke betyr at arbeidsplasser knyttet til ulike statlige institusjoner og etater må plasseres i denne byen. Det er faktisk en svært begrenset del av de statlige arbeidsplassene i Oslo som er direkte tilknyttet hovedstadsfunksjonen. For direktorater og ulike kontroll- og tilsynsorganer kan det være en fordel med en armlengdes avstand til regjeringsapparatet. Oversikten som forslagsstillerne har fått utført i Stortingets utredningsseksjon, viser at 29 pst. av de statsansatte er lokalisert til Oslo. Det er mer enn dobbelt så mange som byens andel av folketallet i landet. Ulike regjeringer har hatt utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo på programmet. Både regjeringen Bondevik II og regjeringen Stoltenberg II gjennomførte utflytting av ca. 1 000 statlige arbeidsplasser hver. Paradokset er at under de samme regjeringene var Paradokset er at under de samme regjeringene var det en sterk økning i antall statlige arbeidsplasser i Oslo. Vedtak om utflytting av 2 000 arbeidsplasser fikk stor oppmerksomhet og vakte sterke reaksjoner av både positiv og negativ karakter, mens etableringen av over 10 000 nye statlige arbeidsplasser i Oslo de samme årene fikk lov til å skje stort sett i det stille. For et år siden behandlet vi stortingsmeldingen om distrikts- og regionalpolitikken. I en merknad som fikk tilslutning fra samtlige partier, heter det: «Statlig tjenesteproduksjon må videreutvikles på en måte som i størst mulig grad sikrer folk i alle deler av landet god tilgang på statlige tjenester. Komiteen støtter at lokaliseringen av statlige arbeidsplasser skal medvirke til å bygge opp også utenom de større pressområdene i landet.» Det er altså ikke noen nye og revolusjonerende tanker som representantene fra Venstre gjør seg til talspersoner for. Derfor er jeg temmelig forundret over at ikke flere partier støtter forslaget fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, der vi «ber regjeringen gjennomføre tiltak som sikrer at samlet vekst i arbeidsplasser i eksisterende statlige institusjoner og etater skjer utenfor Oslo». Særlig må jeg nok si at jeg er forbauset over at Venstre ikke stiller seg bak dette forslaget, som jeg ser på som helt i samsvar med intensjonene i representantforslaget. Fra Senterpartiets side stiller vi oss fullt ut bak forslagsstillernes intensjoner, men vi synes at ambisjonene er for svake. Sett i lys av den sterke økningen i antall statlige arbeidsplasser i Oslo de siste årene mener vi det mener vi det må tas kraftigere tak enn utflytting av 1 000 arbeidsplasser. Vi vil ha som ambisjon et vedtak om at 5 000 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo og til andre deler av landet i inneværende stortingsperiode. Jeg merker meg at Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti i en merknad sier at «arbeidsplassar ut av Oslo» ikke er et mål i seg selv, men at de deler målet om å redusere presset i Osloregionen og «styrke fagmiljø og kompetanse» i hele landet. Nå er vel hele poenget at skal vi dempe presset på Oslo, og skal vi utvikle sterke statlige fag- og kompetansemiljøer i hele landet, må vi være villig til å gjøre utflytting av arbeidsplasser fra Oslo til et konkret virkemiddel. Flertallet vil målene, men trekker seg unna når det gjelder midlene. Det er bra å ville politikken, men vi måles vel på det vi Problemet med innstillingen i denne saken er at det er mange som vil en god del, men de vil ikke gjøre noe konkret. Til slutt vil jeg ta opp de forslag som Senterpartiet har fremmet, enten alene eller sammen med andre. Jeg vil også varsle at Senterpartiet subsidiært vil stemme for forslag nr. 4, fra Venstre, og at vi subsidiært også vil stemme for

over at vi ser en sterkere todeling i norsk økonomi, hvor olje- og gassrelatert industri står sterkt, men hvor vår tradisjonelle eksportvirksomhet sliter med lavere etterspørsel. Det er også sterke tendenser til en geografisk todeling av norsk næringsliv, hvor vi opplever ubalanse mellom vekstkraften på det vi kan kalle Sør-Vestlandet, og våre tradisjonelle industribedrifter på Sør-Østlandet, eksempelvis i fylker som Østfold, Hedmark og Oppland. Aktiv næringspolitikk og en sterk og klar vilje til å satse på de ulike regioners vekstmuligheter vil være avgjørende for en av de viktigste oppgavene vi har på Stortinget. Det handler om å legge til rette slik at vi har et variert næringsliv og en eksportindustri som kan gi folk arbeid og muligheter til egen inntekt. Forslaget vi behandler her i dag, om fordeling og plassering av statlige arbeidsplasser, er etter Arbeiderpartiets syn et ledd i strategien for å sikre et godt og variert næringsliv i hele landet. Derfor er det gledelig at flertallet, bestående av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet, nå er enige om at regjeringen skal «fremme forslag til tiltak som sikrer at ny statlig virksomhet som hovedregel legges utenfor Oslo at regjeringen skal «fremme forslag til tiltak som sikrer at ny statlig virksomhet som hovedregel legges utenfor Oslo og bygger opp under livskraftige regioner». Enda mer gledelig hadde det vært om forslaget fra Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde fått flertall, da jeg oppfatter det som et mer tydelig og forpliktende forslag med tanke på selve problemstillingen. Tilgangen på kompetansearbeidsplasser er avgjørende, ikke bare for å legge til rette for utvikling av kompetansearbeidsplasser vil også være avgjørende for å utvikle attraktive og gode bomiljøer, som igjen vil kunne tiltrekke seg ny virksomhet i Distrikts-Norge. Da er det ikke god distriktspolitikk å vedta å legge ned statlige arbeidsplasser, slik stortingsflertallet valgte å gjøre i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for

I løpet av perioden 2006–2011 auka talet på statlege tilsette med 14 500. Veksten har særleg gått føre seg gjennom små, trinnvise utvidingar av eksisterande verksemder. Veksten har vore ulikt fordelt mellom ulike typar arbeidsmarknadsregionar, og det meste av veksten er komen der det har vore mest frå før. I Osloregionen er det f.eks. langt fleire statstilsette per innbyggjar enn andre stader i landet. Erfaringane frå tidlegare utflytting av statlege arbeidsplassar og etablering av nye statlege arbeidsplassar utanfor Osloregionen er positive, og regjeringa må vidareføre dette der det finst gode alternativ. Det er viktig både for å redusere presset på Osloregionen og for å styrke fagmiljø og kompetansemiljø i heile landet. Det viktigaste sett opp mot tidlegare års utvikling, er å unngå at eller vekst i større etatar fører til vekst i Osloregionen, dersom det finst gode alternativ. Arbeidsplassar ut av Oslo er ikkje eit mål i seg sjølv. Det er heller ikkje tenleg med eit eige måltal for kor mange arbeidsplassar som kan flyttast ut av Oslo. Lokaliseringa må byggje på konkrete vurderingar, og dette er også regjeringas politikk. Det er viktig å ha med seg at sist det var borgarleg regjering, var det den største utflyttinga av statlege arbeidsplassar, og det er også gledeleg å sjå at dette har vore vellukka. Eg er glad for at eit klart fleirtal støttar forslaget som går på at Stortinget ber regjeringa utarbeide ein strategi for lokalisering av statlege arbeidsplassar som gjer at ein kan redusere presset i Osloregionen

Dette representantforslaget handlar om å flytta desse kompetansemiljøa. Forslagsstillarane ønskjer å be regjeringa om å laga ein plan for å fordela minst 1 000 arbeidsplassar frå Oslo i perioden 2014–2017. Framstegspartiet vil at me ikkje skal gjera eit sånt vedtak. Me vil også gå imot fleirtalsinnstillinga der Stortinget blir invitert til å vedta at hovuddelen av ny, statleg verksemd skal leggjast utanfor Oslo. Det er i dag, som representanten Bjørn Lødemel nettopp gjorde greie for, gjeldande praksis, og me ser ikkje behov for å gjera eit vedtak for å stadfesta det som er gjeldande praksis for regjeringa når nye verksemder skal etablerast. I innstillinga blir det også fokusert på å skapa livskraftige regionar, og at distriktspolitikken må rettast inn mot etablering av

som gode veger i distrikta, eller om me snakkar om å ha utdanningsinstitusjonar som skapar kompetanse og kunnskap i distrikta. Det er langt viktigare enn å ha ei overdriven tiltru til at me kan gjera vedtak her og på den måten styrka distrikta. Det er langt viktigare å leggja til rette for at distrikta sjølve kan skapa dei arbeidsplassane dei treng. Derfor meiner eg at lokalpolitikarar heller må ha fokus på å leggja til rette for næringslivet, skapa ja-kommunar og skapa ein kultur for å lukkast enn å kjempa om å få tilført statlege arbeidsplassar. Til slutt reagerer eg òg litt på at fokuset blir at Oslo har så stor del av statlege arbeidsplassar. Det er jo naturleg når Oslo er hovudstad rart at ein skal bli overraska over at hovudstaden har ein del hovudstadsfunksjonar og har ei rekkje statlege arbeidsplassar. Det er ikkje naturleg for oss å vera med på å seia at det er eit mål i seg sjølv å flytta arbeidsplassar vekk frå hovudstaden

og at statseide virksomheter og selskaper skal gå foran som et godt eksempel ved å lokalisere ledelsesfunksjoner og hovedkontor i Distrikts-Norge. Distrikts-Norge produserer store verdier, noe besøk i kommunene dokumenterer. Med stolthet får vi besøke høykompetansemiljøer i hele landet. Dette må vi stimulere ytterligere til. Forslaget fra Venstre er derfor å styrke noe som vi vet fungerer. Det er et uttalt mål at det skal være spredt bosetting i Norge, og at dette er en verdi for landet. For å sikre bosetting i hele landet er det også avgjørende med arbeidsplasser i hele landet. Mange kommuner har vekst i folketallet. Høy innvandring forklarer en del av veksten. Det er imidlertid markerte forskjeller i bosettingsstrukturen mellom nord og sør. Tre fjerdedeler av landets befolkning bor i storbyregioner og mellomstore byregioner. Andelen har økt gradvis de siste tiårene, og sentraliseringen har vist seg å være sterkest i perioder med økonomisk høykonjunktur. Det er da fornuftig å lete etter verktøy som kan redusere de uheldige sidene ved urbanisering og dermed sentralisering. Flytting til sentrale strøk forklares først og fremst av et større utdannings- og kulturtilbud, variert arbeidsmarked og høyt inntektsnivå i byregionene, men flyttemotivundersøkelser viser også at faktorer som tjenestetilgjengelighet, nærhet og bomiljø er blitt stadig viktigere for folks bostedsvalg. De siste 15 årene har sysselsettingen økt i alle deler av landet, med en liten nedgang i de mest spredtbygde stedene. Av regiontypene har sysselsettingsveksten vært sterkest i storbyregionene, og Sørlandet og Vestlandet er landsdelene som har hatt aller høyest vekst. Vi finner nå avanserte og livskraftige næringsmiljøer i alle deler av landet. Disse regionene har i hovedsak et næringsliv knyttet til fiskeri, maritime næringer, olje og gass eller industri, som f.eks. direktoratene, med Oljedirektoratet i Stavanger, Norsk Polarinstitutt i Tromsø eller Sjøfartsdirektoratet i Haugesund. Det er derfor på tide igjen å spre statlige arbeidsplasser og institusjoner til ulike regioner. Da kan vi styrke regionale næringscluster og dermed videreutvikle kompetansen. Da skjer verdiskapingen i et samspill med fagmiljøer i regioner der det er godt å bo en distriktspolitikk som kommer hele landet til gode, både på kort og lang sikt. Det er klart det må være et mål å flytte statlige arbeidsplasser fra Oslo, men det er ikke det samme som at det er klokt å ha et måltall. Vi kan heller ha et mål, kanskje, om at tre av fire statlige etater bør lokaliseres utenfor Oslo, eller et mål om at nye, statlige arbeidsplasser bør uten at vi nødvendigvis setter antallet til 1 000 eller 5 000. Jeg ønsker en strategi framfor en melding. Dette begrunner jeg med at det kan synes som at med den forrige regjeringens praksis knyttet til stortingsmeldinger, ble det ofte at meldingene ble mange ord og gode intensjoner. Det er selvsagt en hake i dag at Stortinget ikke vil være med på å definere innholdet i en eksakt strategi, innholdet i en eksakt strategi, og at en melding kanskje heller ville gitt Stortinget økt innflytelse, men ingenting står vel i veien for at vi kan komme med innspill og signaler. Jeg forutsetter og er overbevist om at statsråden vil ta imot alle gode innspill med takk. Det er

dem også vil føre til at det vil bli større mulighet til å rekruttere. Vi tror at gjennom sterke regioner og med utflytting av statlige arbeidsplasser vil nettopp disse kompetansenavene bli enda tydeligere og enda bedre sett i forhold til rekruttering. Vi tror nettopp at gjennom en balanse her vil man kunne skape vekst i andre deler av landet og ikke bare i hovedstadsområdet. Dette er ikke

for bl.a. å få den kompetansen som allerede finnes, ut i landet. Venstre mener at en bør gå konkret til verks, og peker bl.a. i vår innstilling på Statens landbruksforvaltning, NVE og ikke minst Direktoratet for nødkommunikasjon, som kan være aktuelle virksomheter en kunne flytte ut. Videre mener vi det er naturlig å kunne se på som bør lokaliseres utenfor selve hovedstadsområdet. Arbeidet med utflytting av statlige arbeidsplasser har ikke vært sterkt prioritert under Stoltenberg-regjeringen. Når vi nå har fått tilslutning til at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med tiltak og strategi, ser vi med glede fram til den muligheten og den anledningen vi får til å debattere disse spørsmålene bredere i en faktabasert kontekst ved en senere anledning. Vi har også vært fornøyd med det, og nettopp gjennom å legge nye statlige virksomheter utenfor Oslo, og skape flertall for det, tror vi dette også vil bli en vekst i kompetanse i andre deler av landet. Dette henger, etter min mening, selvfølgelig nøye sammen med at en ser på det regionaliserte Norge. For gjennom å ha robuste nok regioner, for å bruke regjeringens egne ord, tror vi også at den muligheten vil være til stede. Dette vil også kunne ses på i tillegg til fylkesmannsembetenes rolle i dette, nettopp for en utflytting av de ytre statlige organene som da er organisert under Fylkesmannen. Nettopp gjennom den balansen tror jeg at det er mulighet til å skape en større vekstkraft, og en vil da også være med på å dempe presset i i hovedstadsområdet. Jeg blir litt forundret over representanten Njåstad, som bare fokuserer på næringslivet. Det gjør vi fra Venstre også – absolutt. Men vi er nødt til å ha mer enn bare det innenfor regionene. Vi tror nettopp gjennom å ikke sentralisere alt til én region, vil sårbarheten heller ikke være så stor. Jeg skjønner at representanten Njåstad kanskje ikke har disse tankene. Vi fra Venstre tror at nettopp gjennom å ha flere tanker i hodet samtidig, tror vi også at vi lykkes i større grad med dette. Så er det klart at det er en forskjell på oss og Fremskrittspartiet, som primært ønsker et todelt nivå. Vi ønsker å ha et mellomnivå. Vi tror at nettopp dette vil gjøre vekstkraften enda større. Da vil også næringslivet blomstre ute i regionene. Det er nettopp en del av dette forslaget. forslaget. Jeg vil også slutte meg til komiteens innstilling til I og II. Jeg velger å ikke fremme vårt forslag om måltall på 1 000, fordi jeg ser dette er gode forslag. Var det riktig oppfattet at Venstres forslag ikke ble tatt opp? Ja! For SV er det viktig at vi har god utvikling i hele landet og i hovedstaden vår. Vi er opptatt av at både statlig virksomhet og annen virksomhet skal kunne være i alle deler av landet. Jeg registrerer at representanter for støttepartiene til regjeringen er veldig tillitsfulle til regjeringen for at de skal få til mer på desentralisering enn den rød-grønne regjeringen gjorde. Jeg må tillate meg å være litt avventende til det. Særlig fordi jeg har lest regjeringserklæringen, der man har avtalefestet å styrke vekstkraften der den er, altså at man skal styrke de som er sterke fra før. før. Da må man nødvendigvis svekke de som er svake. Jeg har også registrert hvilke endringer som er gjort i det første budsjettet som regjeringen la fram, med kraftige kutt i distriktspolitiske virkemidler, varsel om vridning av kommuneøkonomi og fylkeskommuneøkonomi, noe som ikke akkurat bygger opp under forsterket vekstkraft i hele landet, men som tvert imot gjør det samme som regjeringen ellers varsler, nemlig å styrke vekstkraften der den er.

Det er bra med ja-kommuner, som representanten Njåstad tok til orde for i stad, men da tror jeg også at regjeringen må endre forslaget om innretningen på selskapsskatten, nemlig fordi den skal gå til de kommunene der det er arbeidsplasser, mens de som strever med å få arbeidsplasser, ikke skal få noen andel i disse pengene. Da blir det neppe noen flere arbeidsplasser der av seg selv. Så å se hvordan statens arbeidsplasser kan virke inn i dette, er viktig. Og det er viktig å lokalisere alt som kan lokaliseres utenfor Oslo utenfor Oslo, nettopp fordi det er pressproblemer, og fordi man trenger å ha disse motorene til å utvikle gode arbeidsplasser og fagmiljøer mange steder i landet. Men grunnen til at SV ikke stemmer for forslag er at man sier at veksten i eksisterende statlige institusjoner skal skje utenfor Oslo. Det kan være Universitetet i Oslo, det kan være sykehusene i Oslo, det er departementene og det kan jo hende det er noen moderniseringsministeren kan finne på å flytte til et annet sted i landet. Det skal ikke innenfor de eksisterende arbeidsplassene er nok ikke dette det store potensialet. Det store potensialet er hvis man finner virksomhet som skal lokaliseres og som kan relokaliseres i sin helhet, eller om det er nye avdelinger som kan opprettes. Det er vel lettere å kommunisere det nå for tiden enn det var for en del år siden, og som skulle gjøre at dette fungerer i praksis. Jeg har sagt litt om hva regjeringen gjorde i det første budsjettet sitt. sitt. Jeg har også et helt konkret eksempel der regjeringen skuffet veldig, og det var på etableringen av helsearkivene på Tynset. Det var 80 arbeidsplasser som var så å si ferdig. Det lå penger i budsjettet, til et distrikt i Norge der kompetansen til dette finnes, der det faglig sett var full enighet om at dette var den beste løsningen, så velger regjeringen å trekke det. Dette er en ny funksjon, som var utredet lenge. Nå er det også gjennomført en konsekvensutredning, altså en K2, og vi venter fremdeles på regjeringen. Jeg hadde håpet at det hadde kommet i revidert nasjonalbudsjett – det gjorde det ikke. Dette er en av de konkrete prøvesteinene som vi kan prøve denne regjeringen på nå – om det faktisk er noen vilje eller om dette er bare prat. Denne saken ligger der, og den kan oppklares nå. den kan oppklares nå. Den er viktig, faglig utredet, og det er et lokaliseringsforslag som vil bidra sterkt til at det blir statlige arbeidsplasser i andre deler av landet enn Oslo. Jeg er

Jeg er enig i at dette er en viktig debatt, og jeg er glad for at det er bred politisk enighet om at vi må tenke både modernisering av offentlig sektor og utvikling av livskraftige regioner med sterke kompetansemiljøer. Det er flere problemstillinger som løftes frem i denne debatten, og la meg bare peke på tre av dem. Den ene knytter seg til konkret utflytting av statlige arbeidsplasser. Den andre knytter seg til opprettelse av nye statlige arbeidsplasser – at det i hovedsak skal skje utenfor Oslo. Og så er det en tredje problemstilling, nemlig strukturendringer innenfor statlig sektor. Det har fra vekslende regjeringer vært gjennomført tiltak for å flytte arbeidsplasser ut av Oslo. Det mest omfattende ble gjennomført under Bondevik Jeg mener at dette er spørsmål som må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og finner det ikke hensiktsmessig å ha et eget måltall for flytting av arbeidsplasser. Når det gjelder nye arbeidsplasser, er jeg glad for at det er en bred politisk enighet om at det er viktig å bygge opp under kompetansemiljøer i hele landet. Det er ingen tvil om at etablering av statlige arbeidsplasser og statlige kompetansearbeidsplasser kan gi positiv virkning og ringvirkninger til etablering av andre arbeidsplasser også innenfor privat sektor.

Gjennom moderniseringsarbeidet og bevissthet rundt lokaliseringsvalg kan alle sektorer bidra til gode lokale og regionale arbeidsmarkeder. I samsvar med flertallets synspunkter vil jeg vurdere strategier for lokalisering av statlige arbeidsplasser som gjør at man kan redusere presset i Oslo-regionen, bl.a. ved tiltak som sikrer at ny statlig virksomhet som hovedregel legges utenfor Oslo. Et viktig virkemiddel er de statlige retningslinjene som skal legges til grunn ved etablering og beslutning av saker med konsekvenser for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Jeg vil gjennomgå dagens retningslinjer med det formål å forenkle og tydeliggjøre utredningskrav, prosedyrer og ansvar. Det er riktig, som det er blitt understreket i retningslinjer tilsier at etablering av arbeidsplasser som hovedregel skal skje utenfor Oslo. Jeg vil nå gjennomgå dagens retningslinjer med henblikk på både å forenkle og tydeliggjøre utredningskravene. Det blir replikkordskifte. I svarbrevet til komiteen skriver statsråden at statlig sysselsetting kan være et viktig «virkemiddel for

Noe av det første regjeringen gjorde, var jo å sentralisere 139 distriktsarbeidsplasser i Direktoratet for økonomistyring, DFØ, og vi har også sett en litt manglende vilje til å gjennomføre lokaliseringsvedtaket ved helsearkivet i Tynset. Derfor blir mitt spørsmål: Er sentraliseringen av DFØ en pekepinn på hva vi kan forvente av regjeringens politikk på dette området framover, eller har regjeringen en klar ambisjon om å beholde de statlige arbeidsplassene som ligger i distriktene, og samtidig etablere ny statlig virksomhet utenfor Som jeg redegjorde for i mitt innlegg, handler denne debatten om ulike problemstillinger. Det ene er å flytte ut arbeidsplasser, det andre er opprettelse av nye arbeidsplasser, og det tredje er at vi også i årene som kommer vil gjennomføre strukturendringer innenfor staten. Det gjorde den forrige regjeringen, og det kommer vi også til å gjøre. Jeg kommer ikke til å gi noen garanti om at alle statlige arbeidsplasser skal være nøyaktig der de er. Det ville være helt feil. En moderne stat må også gjennomføre moderniseringstiltak og må gjennomføre strukturtiltak, men da vil jeg forholde meg til de retningslinjene som gjelder for etablering og strukturendringer i staten, og – som jeg varslet – jeg vil gjennomgå dagens retningslinjer for å se om de er tilpasset vår moderne tid, og for å følge opp de vedtak som gjøres i Stortinget i dag.

Så har vi sett i en del saker nå, bl.a. i tolletaten, skatteetaten og Statens innkrevingssentral, at det kommer kritikk fra tillitsvalgte om at man ikke er godt nok involvert. Jeg vet at disse sakene ikke ligger på kommunalministerens bord, men jeg har lyst til å spørre statsråden om hvordan han ser for seg å sikre at de tillitsvalgte i staten blir godt involvert i framtidige omstillingsprosesser som regjeringen har varslet. Det kan jeg bekrefte at hele regjeringen tar på det største alvor. Vi er veldig bevisst på at gode endringsprosesser fordrer god involvering med de ansatte. Det vil legges til grunn i de prosessene som skal gjennomføres.

ved utvidelse av eksisterende etater. Altså ble det etablert fem ganger så mange nye arbeidsplasser som det ble flyttet ut. Deler statsråden Senterpartiets oppfatning av at det må settes inn sterkere virkemidler for å oppnå målsettingen om en bedre geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser? Til det spørsmålet må jeg si at jeg er enig i det representanten Karin Andersen sa, nemlig at vi ikke kan sette et tak på statlige arbeidsplasser i Oslo. Da vil det ramme sykehus, da vil det ramme universitet, det vil være en helt gal fremgangsmåte, så vi må skille mellom tjenesteyting og forvaltning og kompetansearbeidsplasser. Som jeg har understreket, er jeg enig med det brede flertallet som er i Stortinget, om at vi skal ha et aktivt forhold til dette, og at nye statlige arbeidsplasser i hovedsak skal legges utenfor

økonomistyring. Der valgte man å lokalisere disse arbeidsplassene til et av de områdene i landet som har størst press, nemlig Stavanger-området, istedenfor å legge dem et sted der det ikke var så stort press. Det andre var helsearkiv og depot på Tynset, som man valgte å ta ut av budsjettet, og som nå ligger uten avklaring. Da er spørsmålene: Er det dette strukturendringer betyr – at man flytter arbeidsplasser som før er desentralisert, inn til pressområder? arbeidsplasser som før er desentralisert, inn til pressområder? Eller vil man lete etter områder som ikke er pressområder? Og når kommer avklaringen for Tynset helsearkiv? Jeg tror ikke representanten Karin Andersen forventer at jeg skal avklare det her og nå. Den kommer når den kommer. Når det gjelder DFØ og andre strukturendringer, vil det – under denne regjeringen som under tidligere regjeringer – bli foretatt konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle av hva som er den beste lokaliseringen. Og for å gjenta det jeg har sagt tidligere i debatten, følger vi opp det som er de statlige retningslinjene på dette området. Jeg vil nå også gjennomgå retningslinjene, også i lys av det som Stortinget vedtar i dag. dag. La meg helt til slutt si at når man trekker frem den ene siden av forslag som fremmes, må man også ta med de andre tiltakene. Det er jo slik at denne regjeringen bygger flere veier enn det ble gjort tidligere og satser mer på kunnskap og forskning. Det bidrar til mer vekstkraft i hele landet. Skal vi spreie statleg verksemd ut i landet, treng vi ein dirigent. Eg er veldig glad for at ministeren er villig til å ta på seg det

Spørsmålet mitt er: Mens vi ventar på nye, moderne retningsliner, kjem ministeren til å setje pauseknappen på pågåande sentraliseringar? Pågående strukturendringer må følge de retningslinjene som gjaldt under den forrige regjeringen. De kommer også til å gjelde under denne regjeringen. Det høyrest ut som eit veldig uklart svar

frå ei tidlegare regjering, dette er faktisk eit barn av den nye regjeringa. Mitt spørsmål går nok ein gong til ministeren: Kjem ministeren, som dirigenten i dette spørsmålet, til å setje pauseknappen på pågåande sentralisering? Jeg kjøper ikke premisset for spørsmålsstillingen, at det handler om sentralisering. det handler om sentralisering. Det handler om strukturendringer og modernisering. Alle som er tilhengere av en sterk stat, bør også være tilhengere av en moderne stat. Hvis det er slik som SV ønsker, at man skal sette pauseknappen på nødvendige strukturendringer og modernisering i offentlig sektor, vel, da er vi uenige. Jeg mener at vi skal gjennomføre moderniseringstiltak, slik at vi utvikler en stat som er moderne, som er en attraktiv arbeidsplass, og som har sterke kompetansearbeidsplasser. Og så må vi selvsagt være bevisst på lokalisering, både når det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

Et tredje argument for hvorfor dette er viktigere nå enn før, er muligheten som forenklingsprosjektet som ble igangsatt av regjeringen Stoltenberg i 2013, gir. Det legger opp til en forenkling av statlige tjenester overfor innbyggerne som i stor grad bygger på toveis digital kommunikasjon. Flere og flere statlige tjenester digitaliseres og forenkles, og med stadig bedre bredbåndsdekning vil det i framtiden ikke avhenge av hvor du bor eller når du vil ha en tjeneste utført. Vi kan allerede i dag som innbyggere sitte på hytta og levere inn selvangivelsen mange plasser. Nettopp det at tjenestene digitaliseres, gjør også at statlige arbeidsplasser heller ikke nødvendigvis trenger å ligge i Oslo, i Bergen, i Trondheim eller i Stavanger. De kan ligge hvor som helst. Jeg merket meg at regjeringen Solberg i Sundvolden-erklæringen sa at de ville sikre hele landet høyhastighetsbredbånd med et mål på 100 MB per sekund i denne regjeringsperioden. Jeg regner med at det er regjeringens intensjon å følge opp denne målsettingen, noe som vil medføre at den digitale infrastrukturen for å etablere nye statlige arbeidsplasser utenfor storbyene vil være på plass om relativt kort tid. Det å flytte arbeidsplasser, enten det er til eller det er fra et sentrum, er alltid smertefullt, både for de fagmiljøene og for de familiene som berøres direkte. Derfor har Arbeiderpartiet alltid hatt størst fokus på nyetableringer og vært mest opptatt av at nyetableringer som ikke for funksjonens del trenger å ligge nært et stort sentrum, bør spres til ulike regioner. Statlige arbeidsplasser er viktige i distriktene fordi de bidrar til å komplettere det øvrige næringslivet, slik at også private aktører finner det mer interessant å etablere sine virksomheter. Jeg synes derfor det er svært gledelig at flertallet, bestående av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Arbeiderpartiet, nå er enige om at regjeringen skal fremme et forslag til en plan som sikrer at ny statlig virksomhet skal bygge opp under livskraftige regioner i hele dette vakre landet.

ikke fordi den kompetansen ikke uten videre fant seg annet arbeid, men faktisk fordi det er fornuftig av staten å ta i bruk hoder og kompetanse rundt omkring i landet. Det gir en bedre offentlig sektor å kunne bruke hele landet også i den sammenhengen. Den andre viktige grunnen var at det var prinsipielt viktig, særlig for tilsynssiden, at vi ønsket å markere skillet mellom forvaltning og tilsynsorganer enda tydeligere, og på den måten også

aspektene, og det er viktig. Så er det også slik at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i dag viser en oppsiktsvekkende interesse for å følge opp den linjen som den forrige ikke-sosialistiske regjeringen sto for. Vel har de hatt åtte år på seg for å følge opp med aktiv utflytting eller lokalisering av statlige arbeidsplasser, men med respekt å melde: Lite er gjort. I stedet framhever de rød-grønne i dag et forslag om en stortingsmelding som man forventer og ønsker at den sittende regjeringen skal fremme i løpet av det neste året. Vel, den forrige regjeringen hadde åtte slike ettårsperioder på seg til å fremme en slik stortingsmelding uten å gjøre det. Mer interessant er det å se hva som skjer. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen følger jo aktivt opp det som er gjeldende politikk, nemlig at ny virksomhet i hovedsak skal etableres utenfor Oslo. to eksempler: Helseministeren har vedtatt at den nye nasjonale helsebygg-organisasjonen for helsesektoren skal etableres i Trondheim, og et nytt nasjonalt IKT-foretak for helsevesenet skal lokaliseres i Bergen – eksempelvis. Da var det rart å høre saksordføreren, som sa at disse partiene ikke er interessert i konkrete tiltak. Det er hyggelig å kunne ønske Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet hjertelig velkommen etter, men dessverre bare i ord, ikke i handling – for i handling er det åpenbart at vi trenger andre partier i regjering. Slik var det for åtte år siden – slik er det også i dag. Jeg syns bare at det var på sin plass at Oslo-benken var representert i denne debatten, og

der vi fikk flyttet ut mange enheter, ut fra et maktspredningsperspektiv, men også ut fra et vekstperspektiv. Den store forskjellen mellom dagens borgerlige regjering og Bondevik II er jo at Venstre ikke er med. Derfor vil vi ved å fremme forslag i Stortinget sikre oss at dette også står på agendaen, sjøl om vi ikke sitter rundt bordet. Grunnen til at dette er viktig,

kjøkkenstol og se heisekranene i Bjørvika. Det gir meg en positiv følelse. Men det som er viktig, er at man ikke bare fyller en by med offentlige arbeidsplasser. Derfor er det også i Oslos interesse at man har en stor variasjon i de arbeidsplassene som utvikler seg i en by. Utfordringa for Oslo er at man har en stat som plasserer kontorer i døde byområder, som blir farlige på kvelden, eller som direkte torpederer bysatsinga, som f.eks. Tøyen-satsinga, med en politiplassering som gjør at mye av den jobbinga som man har gjort på Tøyen for å få snudd den utviklinga, blir torpedert av statlige arbeidsplasser som plasseres der. Jeg tror ikke det hadde skjedd noe annet sted i landet, at man hadde torpedert en kommunal satsing med måten man plasserer statlige arbeidsplasser på.

overvåke et miljø, bør rekrutteres fra et annet område enn de som faktisk utøver makta i det miljøet. Det trenger vi også på mange andre områder enn vi har i dag. Jeg syns vi skulle hatt det på bistandsområdet, og jeg syns vi skulle hatt det i UDI-forvaltninga – bare for å ta noen av de debattene jeg sjøl har vært i i dag, der vi ser at vi trenger kompetansemiljøer som utfordrer de miljøene som er i Oslo.

for det var en annen argumentasjon for spredning av f.eks. tilsyn enn det som står i dokumentet, og det vi har diskutert før. Det representanten Skei Grande sa nå, var at det er behov for å rekruttere de som skal kontrollere noen, fra andre miljøer. Det er noe annet enn å snakke om armlengdes avstand, som jeg oppfatter har noe med mil og avstand å gjøre – og det er et godt poeng. Men jeg tror ikke det nødvendigvis skjer fordi man har en arbeidsplass her eller der, det må skje gjennom en bevisst rekrutteringspolitikk. Jeg er enig i det, for det har noe med kvaliteten på tilsyn å gjøre. Så var representanten Jenssen oppe og sa at vi skulle se på hva denne regjeringen gjorde, istedenfor å snakke – og det har vi gjort. Vi ser hva som skjer med jordbrukspolitikken, vi ser hva som skjer med kommuneøkonomien, vi ser hva som skjer innen fiskeri, vi ser hva som har skjedd innen sykehus, der man nå lar sykehusforetak legge ned lokalsykehus, f.eks. Rjukan og Kragerø – kjempestore, viktige, statlige kompetansearbeidsplasser, som betyr veldig mye. Vi har nevnt Direktoratet for økonomistyring, som var det første der det, som statsråden sa, ble strukturendringer. Det er greit, det, men poenget er at man valgte å legge det til et av de områdene i Norge der det er mest press. Jeg tror ikke det var noen stor vurdering bak det, og at det var helt umulig å få til noe annet sted i landet. Jeg tror det hadde vært fullt mulig å få det til et annet sted i landet, der det hadde vært større

Jeg forutsetter at det blir noe av det. Men det er altså dette vi har sett – det er disse signalene vi har sett fra regjeringen, der de har gjort det motsatte av det de sier de skal gjøre nå, og der den store, generelle politikken virker sentraliserende og styrker de områdene der veksten går av seg sjøl, mens vi har sett veldig lite av de tiltakene som bidrar til at man får spredd veksten til sterke regioner eller til hele landet, slik som vi sier at vi er enige om.

Man må kunne se på hvordan man bygger opp fagmiljøer som veier opp – også knyttet til utdanningsinstitusjoner og til hvordan man bygger det opp. Gjennom den tankemåten rekrutterer man fra ulike fagmiljøer, med tanke på å kunne kontrollere ulike fagmiljøer. Jeg tror det hadde skapt sunne dynamikker mellom utdanningsinstitusjoner, tilsynsfunksjoner og og ulike fagmiljøer. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 12, 13 og 14 behandles under ett. – Det anses vedtatt. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver gruppe og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

Her ligger noe av grunnlaget for dette lovforslaget. Når det gjelder ansettelser i universitets- og høyskolesektoren, åpner lovforslaget også for at det kan ansettes på åremål i bistillinger. Vi opplever et stadig mer internasjonalisert utdannings- og arbeidsmarked. Det krever gode godkjennings- og godskrivningsordninger for kandidater med utenlandsk utdanning. I proposisjonen foreslås enkelte endringer i lovens bestemmelser på dette området. Det må sikres at vedtak om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning gir en korrekt angivelse av utdanningens nivå og omfang i henhold til lov, forskrifter og gjeldende internasjonale konvensjoner. Det er NOKUT som har denne kompetansen i dag. Det innstilles på at NOKUTs klagenemnd ikke bør kunne overprøve NOKUTs vurdering av den avlagte utdanningens nivå og omfang. Men klagenemnda skal fortsatt kunne vurdere om det foreligger saksbehandlingsfeil, rettsanvendelsesfeil og brudd på forvaltningsrettslige prinsipper. I proposisjonen foreslås det også å endre enkelte lovbestemmelser som berører studentenes rettigheter og plikter. Dette gjelder bl.a. en presisering i bestemmelsen om studenters rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel. Forslaget er i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser om permisjon ved fødsel og gjelder for både mor, far, medmor og adoptivforeldre. Regjeringen styrker her studentforeldres rettigheter. Videre foreslås det endringer i lovbestemmelsen om fusk. Endringene omfatter gjennomføringen av eksamen. Fusk oppdaget ved bokkontrollen før eksamen skal også rammes. Det foreslås å lovfeste adgangen til å sanksjonere medvirkning til fusk. Videre foreslås Politiattestnemnda nedlagt. Forslaget er bl.a. begrunnet i hensynet til effektivitet og et ønske om bedre samsvar mellom saksgang knyttet til politiattester med merknader og saker knyttet til fusk under eksamen, bortvisning og utestengning. I tillegg foreslås det opprettet en database som skal inneholde informasjon om utestengingsvedtak, RUST-databasen. Den skal hindre at studenter får opptak til eller tar eksamen ved andre institusjoner når det Når det gjelder tvungen avslutning av doktorgradsutdanningen, foreslås en lovfesting av gjeldende praksis. Tvungen avslutning er aktuelt ved vitenskapelig uredelighet eller hvis en kandidat i vesentlig grad ikke oppfyller sine forpliktelser. Proposisjonen inneholder videre forslag om å endre ulike bestemmelser om klage, bl.a. skal klagesaker etter offentlighetsloven behandles av Felles klagenemnd, en klagenemnd Lovforslaget angir en felles ordning for klagesensur der klage på karakterfastsetting gjennomføres som blind sensur. Ordningen der klagesensor er orientert om opprinnelig karakter, bortfaller etter dette. Det foreslås også endringer i bestemmelsen om styret ved statlige universiteter og høyskoler, bl.a. slik at Kongen i statsråd kan løse et styremedlem fra sitt verv i tilfeller der særlig tungtveiende grunner taler for det, eller det foreligger særlige omstendigheter som svekker tilliten til styremedlemmet. På vegne av en enstemmig komité håper jeg at Stortinget kan vedta disse endringene i universitets- og høyskoleloven i dag. Til slutt: Også to andre saker debatteres nå: representantforslaget fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Pål Farstad og Iselin Nybø om flere lærere med doktorgrad i skolen

fleire lærarar i skulen. Ei undersøking som Respons gjorde på vegner av Utdanningsforbundet, viste at 79 pst. av rektorane i grunnskulen og 69 pst. av rektorane i vidaregåande opplæring meiner at fleire faglege karrierevegar er svært eller nokså viktig for å rekruttere og behalde. Komiteen er heilt einig med rektorane i Noreg på dette punktet. Læraryrket skal ha høg status, det Læraryrket skal ha høg status, det skal vere attraktivt – også over tid. Arbeidet med å leggje fram ei sak for Stortinget om fleire karrierevegar for undervisningspersonell som betre reflekterer kompetanse og fagleg bakgrunn, blei starta av den førre regjeringa og blei varsla av den sitjande regjeringa. Komiteen er samla om og einig i dei to første forslaga i representantforslaget og ser fram til å behandle saka, når ho kjem på eit seinare tidspunkt. For SV sin del ønskjer vi generelt å gjere skular til langt sterkare og endå meir kunnskapsintensive organisasjonar. I denne samanhengen ønskjer eg å seie at SV støttar bl.a. innføring av ei mastergradsutdanning i lærarutdanninga. Vi kjenner godt til Tromsø-modellen og har følgt han over lengre tid. Modellen er svært praksisorientert, samtidig som han tar i bruk den beste pedagogiske teorien i skuleverket, og gjennom ein slik mastergrad blir ikkje berre studentane sine prosjekt knytte til skulekvardagen, men det blir skapt forpliktingar mellom skulen og dei høgare utdannings- og forskingsinstitusjonane. Slik kan skulen bringast inn i forskinga og forskinga inn i skulen. Dette trur vi er ein del av framtida til norsk skule – saman med ei satsing på etter- og vidareutdanning, større fagleg handlingsrom og tillit til dei som jobbar i skuleverket. På same måte er det med det siste punktet i representantforslaget. SV stiller seg absolutt ikkje i vegen for fleire doktorgradar i skulen, sjølv om det kunne ha vore vel så fornuftig med fleire Ein samla komité ønskjer å sjå fleire karrierevegar i samanheng med fleire måtar å vurdere fagleg kompetanse og fagleg bakgrunn på. Vi meiner det er naturleg å sjå dette spørsmålet med doktorgrad i samanheng med den saka som departementet arbeider med, og vi forventar å kome tilbake til spørsmålet, men komiteen var ikkje interessert i allereie no å vedta at doktorgradar skal få ei slik tung

Arbeiderpartiet ser på den høye bruken av midlertidighet som et stort problem i sektoren og som noe det må bli mindre av om vi skal få til enda bedre forskningsmiljø rundt omkring på universitet og høyskoler. Ikke minst er dette viktig for å sikre en bedre rekruttering til forskning. Det vi nå gjør, er å åpne for en forsøksordning, og den bør evalueres, særlig med tanke på om det har hatt en positiv innvirkning på bruk av midlertidighet i sektoren. Representantforslaget om å sikre en tilfredsstillende satsing på rekrutteringsstillinger er et godt initiativ, men som Arbeiderpartiet forventer at regjeringen kommer tilbake til i langtidsplanen for forskning. Vi forutsetter at det tenkes bredt faglig, og at det også planlegges for stipendiatstillinger i matematikk, naturfag og teknologi, men ikke bare – samfunnsfag, humaniora og medisin må også sikres god forskerrekruttering. Dessuten er det viktigere enn noen Mange av samfunnets utfordringer ligger i skjæringspunktet for den tradisjonelle inndelingen av fagene. Vi advarer derfor mot snever båstenkning i rekrutteringspolitikken. Til sist noen få kommentarer knyttet til det å få flere lærere med doktorgrad inn i skolen. Det er nødvendig i et samfunn der forskning, kunnskap og kompetanse er så vesentlig, at statusen til læreryrket er høy. Læreren er viktig i en god skole, og vi trenger flere gode lærere. Da bør det også være sånn at det er naturlig at folk med doktorgrad ser på læreryrket som et mulig yrkesvalg. Å skape gode karriereveier i skolen er bra for å få flere til å velge skolen. Samtidig må vi være såpass ærlige at det vil høre med til unntakene snarere enn regelen at de som underviser i grunnskolen, har doktorgrad. I dag er det slik at selv på universitet og høyskoler er det et klart flertall av dem som underviser, som ikke har doktorgrad. Totalt underviste 11 500 personer uten doktorgrad i UH-sektoren i 2012. I overkant av 8 100 hadde doktorgrad. Da er det svært ambisiøst å forsøke å få doktorgradskandidater inn i grunnskolen. Kanskje er det heller ikke ønskelig at det skjer i stor skala. For Arbeiderpartiet blir en slik overdreven framheving av doktorgrad for mye et uttrykk for et noe snevert kunnskapssyn. En lang, teoretisk og stadig mer spesialisert utdanning egner seg godt som grunnlag for forskning. Det er ikke alltid en slik utdanning er like relevant i skolen, for der er et bredt spekter av kompetanse og erfaring svært verdifullt – kanskje særlig side om side med noen med en doktorgrad i bagasjen. Uansett – de som skal jobbe i skolen, må ha følgende til felles: en interesse for barn og unge, kombinert med en sterk formidlingsglede og god formidlingsevne. Jeg og Fremskrittspartiet er det er så bred enighet om de vedtakene vi gjør her i dag, og som saksordførerne har redegjort veldig godt for. Jeg har likevel lyst til å knytte noen kommentarer til noen av disse vedtakene. Selv om det kan virke som ganske små saker, som ikke har fått all den oppmerksomheten de fortjener, er det definitivt viktige saker, ikke minst for dem det angår. Fornying og forbedring har vært viktig for oss i Fremskrittspartiet tidligere, og det er det fortsatt. Derfor er det bra at vi får de endringene som er foreslått i universitets- og høyskoleloven. Én av endringene er at det nå blir en felles ordning for klagesensur, der klage på karaktersetting gjennomføres som blind sensur – mot dagens ordning, der institusjonene selv kan bestemme hvilken dokumentasjon som skal følge med ved ny sensurering etter klage over karaktervedtak. Jeg var fulltidsstudent fram til 1. oktober i fjor, og da jeg nå spurte noen av mine tidligere studiekamerater hva de mente om ordningen, og hva som kunne bli bedre, svarte samtlige at denne ordningen er jo så bra, siden den sikrer alle full objektivitet og en helt ny vurdering uten innblanding fra første sensor, som åpenbart ikke er veldig godt likt av de elevene som klager.

For at en institusjon skal være i front på sine felt, må man ha – og man må skaffe – det beste mannskapet. En institusjon blir aldri bedre enn de menneskene som fyller institusjonen. Mange miljø har etterspurt en reell mulighet til å vurdere resultatoppnåelsen når det gjelder både forskning og utdanning, og hvordan vedkommende bidrar til fagmiljøets totale profil, før man ansetter dem i fast stilling. Jeg tror alle i denne salen er enige om at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Jeg tror også alle er enige om at den generelle midlertidigheten er høy i UH-sektoren, selv om den sakte, men sikkert går nedover – heldigvis. Derfor kan dette være et ganske vanskelig dilemma, og det er jeg enig i. Men med klare betingelser på forhånd, med tanke på

Vi har, og skal fortsatt ha, nulltoleranse for fusk, og nå får studentene et enda større ansvar enn tidligere, og det er bra. Medvirkning til fusk skal straffes, og de som blir tatt i en bokkontroll – ja, de blir tatt. Det kan ikke være sånn at disse skal være gratispassasjerer med holdningen at går det, så går det, uten at det er noe ris bak Studentene har et selvstendig ansvar for at dette går i orden, og det er jeg sikker på at seriøse studenter, med god informasjon på forhånd, tar ansvar for. Helt til slutt: Med dagens vedtak vil retten til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel styrkes. Studentene får nå samme rettigheter som i resten av arbeidslivet. Med rettigheter følger plikter, og det går også den andre veien – med plikter

osv. Jeg vil spesielt trekke fram bestemmelsene om at rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel skal ta utgangspunkt i arbeidsmiljøloven, og at mor skal ha rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er i perioden fra tre uker før termin til seks uker etter fødsel. Dette er på høy tid. Vi må gjøre det lettere å kombinere studier med det å få barn, og dette er et skritt i riktig retning. Folkeparti støtter også forslaget om at far har rett til utsatt eksamen hvis eksamen avholdes i løpet av de to første ukene etter fødsel. Jeg vil understreke at dette kun er et minimumskrav til institusjonene, noe som også er presisert i forslaget. Når det gjelder forslaget om å sikre tilfredsstillende satsing på rekrutteringsstillinger til langtidsplanen for forskning, støtter Kristelig Folkeparti komiteens tilråding om at forslaget vedlegges protokollen. Samtidig vil jeg trekke fram flertallsmerknaden fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, der det understrekes at et tilstrekkelig antall stipendiatstillinger er nødvendig for å sikre rekrutteringen til sektoren og for å realisere regjeringens gode ambisjoner for forskning og høyere utdanning. I statsrådens svarbrev til komiteen framkommer det at behovet for stipendiatstillinger og at behovet er størst innenfor MNT-fagene. I budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre ble det bevilget midler til inntil 100 nye stipendiatstillinger utover de som allerede lå inne i regjeringens forslag. Det ble fordelt 148 stipendiatstillinger, hvorav 97 til MNT-fagene. Kristelig Folkeparti deler forslagsstillernes oppfatning om at det er viktig å sikre nødvendig opptrapping i antall stipendiatstillinger, og legger til grunn at dette er noe regjeringen vil følge opp i langtidsplanen for forskning. Den siste saken, forslaget om flere lærere med doktorgrad som en del av satsingen på nye karriereveier i skolen, er egentlig en svært interessant sak. Jeg tror at flere karrieremuligheter for lærerne er viktig. Det er en god sak, som kan bidra til å gjøre læreryrket enda mer attraktivt. Da kan vi kanskje f.eks. se for oss at det å bli mentor for nyutdannede lærere kan være en mulig karrierevei, som både vil være interessant og givende for den erfarne læreren, og ikke minst være svært nyttig for den nyutdannede læreren, som kan få hjelp av en lærer med mye erfaring fra klasserommet. Men jeg mener det er viktig at både KS og Utdanningsforbundet trekkes inn i arbeidet med å utarbeide nye karriereveier i skolen. Statsråden skriver i sitt svarbrev til komiteen at departementet allerede har innledet et samarbeid med partene. Folkeparti er derfor enig med komiteens flertall om å avvente departementets arbeid med karriereveier for lærere og at regjeringen bør legge dette fram for Stortinget på en hensiktsmessig måte. Så får vi god anledning til å se nærmere både på mentorordninger og andre karriereveier og ikke minst rekruttering av lærere med doktorgrad når den saken

akademia. Det trenger flere fagretninger også muligheten til å få innføre. Men jeg har lyst til å trekke fokuset mot midlertidigheten innenfor UH-sektoren, som man fortsatt ikke har fått godt tak på. Det gjør rekrutteringssituasjonen veldig vanskelig mange steder, og det fører til at mange blir gående i midlertidighet i en uendelighet. Ja, hvis vi ser diskusjonen i dag knyttet til en annen sak om midlertidighet, er det rart at man får en så stor frustrasjon over en liten oppmyking, mens man her godtar midlertidighet i det uendelige. Sånn sett er innstegsstillinger et positivt virkemiddel for å få flere unge til å velge en karriere innenfor akademia. Så til Venstres forslag. Det å få til en forpliktende opptrappingsplan med hensyn til rekrutteringsstillinger i UH-sektoren er noe vi har sett at det har vært et stort behov for de siste årene. Litt av problemet er at alle de satsingene som har vært, har vært sett på som rene engangssatsinger, der man ikke får en systematikk og en klar forventning innenfor sektoren når det gjelder hva politikerne skal bidra med. Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti har tidligere

doktorgrad. Når medlemmer av komiteen sier at det å ønske doktorgrader inn i skolen er et «snevert kunnskapssyn», må jeg innrømme at det er jeg ganske forundret over å snakke om. I dag ser vi et samfunn der vi får flere og flere doktorgrader. Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke skal komme skolen til gode at noen er skikkelig godt utdannet i de fagene de faktisk skal undervise i. Jeg mener faktisk at det er et litt dårlig syn på barn å snakke om at man ikke ønsker doktorgrader inn i skolen. Jeg mener at våre barn skal ha det aller beste. Jeg mener at et godt samfunn bygger på at de aller beste og klokeste hodene brukes til de aller yngste barna. De utdanningsinstitusjonene som virkelig har lyktes rundt omkring i verden og i Norge tidligere, er de som kobler de beste opp mot de aller yngste.

Så sjøl om jeg ikke tror at vi klarer å få en stor prosentandel i norsk skole av doktorgrader i framtida, er det min drøm og visjon at vi skal kunne ha det. Jeg tror at vi må ha det for å øke statusen til læreryrket for å få bedre resultat i norsk skole, men også ut fra det grunnleggende kunnskapssynet at de aller yngste fortjener det aller beste. De aller yngste trenger ikke bare mange voksne kloke voksne rundt seg, kloke voksne som kan fagene sine, som brenner for fagene sine, og som er villige til å ofre mye for å kunne fagene sine. Da er dette et viktig tiltak med hensyn til statusen til læreryrket, som vi må gjøre noe med framover. Det er mulig at det er et snevert kunnskapssyn, men det er i hvert fall et kunnskapssyn og ikke et omsorgssyn på norsk skole. Med det vil jeg ta opp Venstres forslag. Representanten Trine Skei Grande har tatt opp de forslagene hun refererte til. Som flere har sagt før meg, behandler vi altså nå tre ulike saker som én sak. Det er veldig stor enighet om universitets- og høyskoleloven, så jeg kommer ikke til å gå veldig nøye inn på den, men det er veldig bra at det blir ryddet opp i hvordan en bl.a. skal behandle fusk, som det er nevnt tidligere i dag. Det er også bred enighet om at rekrutteringsstillinger skal inn i langtidsplanen for forskning, slik Venstre har foreslått i Dokument 8:50 S. Jeg synes også det er flott at det er tverrpolitisk enighet om at det skal fremmes en langtidsplan for universitets- og høyskolesektoren, etter forslag fra daværende statsråd Kristin Halvorsen. Kristin Halvorsen. Jeg synes det er godt at statsråd Røe Isaksen følger opp denne ideen og ser ut til å være godt i gang med arbeidet. Jeg ser fram til flere gode diskusjoner om innholdet i planen, gjerne også før planen ferdigstilles. I innstillinga til Dokument 8:45 S er en samlet komité opptatt av at det skal finnes flere karriereveier for lærere i skolen, og vi registrerer at regjeringa er i gang med dette arbeidet i samarbeid med KS og Utdanningsforbundet. Vi avventer en sak fra regjeringa og partene om dette. I tillegg er det tverrpolitisk enighet om at vi trenger flere yrkesgrupper inn i skolen for å ta seg av ulike roller som skolen i dag tar hånd om. Dessverre er det ikke alle skoleeiere som verken prioriterer eller ser seg råd til å ta slike grep, sjøl om det utvilsomt ville ha bidratt til økt mulighet for læreren til å ha større fokus på sjølve læringsarbeidet. Særlig vil jeg trekke fram viktigheten av å ha gode helsesøsterressurser og sosialpedagogisk kompetanse. Også økt ressurs for rådgivere er viktig. Men jeg har også en forventning, og det har også sikkert lærerne, om at lønna må økes. Senterpartiet ønsker rett og plikt til etter- og videreutdanning, og i dette ligger det sjølsagt også en forventning om bedre lønnsvilkår. Det har vært en del prat om «mastersyken» i det siste, om at det er for mange som tar master. Det er uenighet om bekymringa er reell eller ikke, men Venstre foreslår i dag at ikke bare masterutdannede, men de med doktorgrad skal få ekstralønn hvis de vil undervise i grunnskolen. Med all respekt, samtidig som vi debatterer professorer i grunnskolen, har kunnskapsministeren lagt fram et forslag om å innføre femårig lærerutdanning. I kjølvannet av forslaget kommer det fram at en rekke lærerutdanningsinstitusjoner antakelig kommer til å bli nedlagt fordi de ikke kan tilby det antall doktorgrader som må til for å kunne tilby en masterutdanning – dette ifølge NOKUT. Her prater vi altså om å betale dem med doktorgrad for å undervise i grunnskolen. For å være ærlig burde doktorer fra lærerutdanningsinstitusjonene hatt plikt til å undervise i grunnskolen som en del av sin faglige oppdatering, uten noe ekstra

plikt til videreutdanning mener vi er viktigere. Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor vi på død og liv skal endre en utdanning som vi akkurat har endret – de første studentene går ut faktisk nå i vår. Det vil koste flesk, tid og ressurser som vi kunne ha brukt på en mye mer effektiv og effektfull måte. Men endringene i lærerutdanninga vil komme på plass, koste hva det koste vil, for det handler om valgløfter, og det handler om prestisje. Hva som virkelig kunne ha gjort en forskjell, hadde vært å utdanne dem som er ufaglærte i skolen i dag, og som er ufaglærte i skolen i dag, og gitt lærerstudentene tett oppfølging, god undervisning og god praksis, og gitt dem en obligatorisk mentorordning det første året som ny lærer, i tillegg til at de fikk rett og også plikt til etter- og videreutdanning. Det er heller ikke gratis. Det er ikke fortrinnsvis folk med masterutdanning eller doktorutdanning grunnskolen trenger nå.

men jeg har lyst til å kommentere noe i de forskjellige sakene, først innstegsstillinger. Jeg mener at dette kan være et viktig bidrag til rekruttering. Nettopp det at man gir en ny sjanse til å kunne rekruttere toppfolk fra utlandet bl.a., kan være et viktig bidrag til kvalitet i høyere utdanning. Det kan også være et bidrag til å få ned unødig bruk av midlertidighet. Jeg understreker «kan», fordi det er jo ikke sånn at dette i seg selv skaper flere stillinger. Men det kan være det, nettopp fordi man nå får en mulighet til innsteg, og fordi vi har valgt en modell hvor man, hvis man oppfyller kravene, vil få en fast stilling etterpå. Jeg har også lyst til å si at jeg er helt enig i at høy og unødvendig bruk av midlertidighet i UH-sektoren over tid er et problem. Jeg synes den forrige regjeringen gjorde noe fornuftig da den la inn i tildelingsbrevene til institusjonene at vi skulle få midlertidigheten ned. Det ser ut til å ha fungert – litt. Det ser ut som at midlertidigheten går ned, men det er noe som vi må fortsette å jobbe med. Så synes jeg det er veldig bra at det er et bredt politisk flertall som står bak alle disse endringene. Jeg synes også det er veldig bra, og har lyst til å synes også det er veldig bra, og har lyst til å fremheve, som Kristelig Folkepartis representant gjorde, at det er fint at vi nå får endret regelverket, slik at de som skal ha barn under studiene, får de samme rettigheter som andre, og at vi også gjør noe med mulighetene til å fuske og strammer inn sanksjonene på det, også for dem som assisterer dem som fusker. Så til rekrutteringsstillinger i tilleggsproposisjonen, var jo også veldig opptatt av det. Nettopp derfor kom det ekstra stipendiater i tilleggsproposisjonen, og det betyr at man er på god vei. Så må en i langtidsplanen se forskjellige deler av høyere utdanning i sammenheng, og jeg er glad for at man er enig om det. Jeg er også veldig interessert i å diskutere både forskning og langtidsplan før planen kommer. Jeg har f.eks. på vegne av departementet lagt frem de seks hovedprioriteringene våre og de overordnede overskriftene på hva vi mener er det viktigste Norge skal prioritere fremover, og diskuterer gjerne det enten i stortingssalen eller andre steder. Så til spørsmålene om doktorgrad og karriereveier i skolen. Jeg har selv om NOKUT har meninger som kvalitetssikringsorganer om hvilke institusjoner som i dag – altså per dags dato – vil være i stand til å levere en

Spørsmålet i akkurat denne sammenhengen er hvorvidt man skal se alt under ett, eller om man skal starte med doktorgrader. Jeg skal ikke blande meg inn i diskusjonen om kunnskapssyn eller ikke, annet enn å si at jeg tror det er veldig bra med flere la meg si – minst like viktige som å få flere med doktorgrad inn. Men hvis vi skal bygge karriereveier i den norske skolen, forutsetter det ikke bare at man har en vilje fra statens side til å prioritere det, det forutsetter også at dette blir brukt ute i kommunene. Det betyr at man er nødt til å ha med seg kommunene som arbeidsgivere, og det betyr at man er nødt til å gjøre det også i forståelse med lærerorganisasjonene. Det mener jeg er viktig for at vi skal få et system som er robust over tid, i hvert fall forsøke på det. Det blir replikkordskifte.

akseptabel progresjon når det gjelder midlertidighet i UH-sektoren framover. Det er vanskelig å angi en helt nøyaktig prosentsats for hva som er akseptabel bruk av midlertidighet, men det vi kan si veldig klart og tydelig, er at en del av midlertidigheten i høyereutdanningssektoren knytter seg også til ikke begrunnes i noe spesielt. For eksempel er hele komiteen kjent med at det kan være spesielle forhold knyttet til søknader, forskningsråd og den type ting i denne sektoren, men midlertidigheten er høyere enn som så. Jeg tror som sagt at det var et viktig grep at man fikk dette inn i tildelingsbrevene til institusjonene. Det er noe som den forrige regjeringen var opptatt av å følge opp, og som vi også har vært opptatt av å følge opp. Så har vi sett, som representanten også sier, at tallene har gått noe ned etter det – det er veldig bra. Hvis de fortsetter å gå ned, trenger vi ikke noen ytterligere virkemidler i utgangspunktet. Hvis nedgangen stopper opp, må vi vurdere andre ting.

Vi har jo ikke akkurat vært oversvømt med saker fra statsrådens side det året som har gått. Men når det gjelder de seks hovedprioriteringene, lurer jeg på om statsråden vil være så åpen at han tør å komme med dem til Stortinget før han har lukket og beseglet og funnet ut den riktige veien fra regjeringas side, og om vi får dem i løpet av høsthalvåret, eller om vi må vente til neste vår igjen før vi får oss forelagt dem. Det var jo ganske mye uenighet i spørretimen forrige onsdag, så

Jeg synes det er desidert mest ryddig at man legger frem alt samtidig. Vår plan for fremleggelse står – den er varslet: Langtidsplanen skal i utgangspunktet komme i løpet av høsten. Det er også den planen vi jobber med. Det høres veldig bra ut. Vi vet jo at det er store ting som skal inn i en

Da lurer jeg på: Tror statsråden at man vil øke respekten for læreryrket hvis man sier at de som kan mye, ikke skal bruke tida si på barn? Nei! Eg har eit spørsmål om dei matematiske, naturvitskaplege og tekniske faga, for i eit svarbrev frå ministeren seier han at det er

rekrutteringsstillingar. Eg har ikkje klart å finne nokon stad at det er spesielt desse faga som har store utfordringar. Vi fekk nettopp overlevert ein rapport som omhandla dei humanistiske faga, og der hadde dei også spesielt store utfordringar. Så når eit fleirtal i komiteen, på bakgrunn av det ministeren skriv i sitt svarbrev, også legg til grunn at dei matematiske, naturvitskaplege og tekniske faga har spesielt store utfordringar, lurer eg rett og slett på: Kva er faktagrunnlaget for den påstanden? Den helt nøyaktige kildehenvisningen må jeg eventuelt komme tilbake til dersom representanten skulle ønske det, men man ser jo at antallet stipendiater har doblet seg de siste ti årene, sånn omtrent. Grunnen til at MNT-fagene er pekt ut, er jo at det er

Han skulle følge opp EUs Horisont 2020 – alt vel og bra. Han skulle komme med en stortingsmelding om struktur, utvikle verdensledende miljøer, ivareta de ansatte og løfte lærerutdanningen. Det var de syv punktene. Det er gode punkter alle sammen. Det jeg savner, er et punkt om internasjonalisering generelt. Én ting er EUs Horisont 2020, som er veldig bra og veldig viktig, men skal vi løfte verdensledende miljøer, skal vi gi studentene våre den globale kompetansen som de trenger,

modell av Nord-Amerika-strategien, hvor vi har hatt en systematisk strategi for å jobbe med både å få mer institusjonssamarbeid med nordamerikanske institusjoner og å få flere studenter til å reise ut. Tilsvarende burde vi ha, ikke for hele resten av verden, men for BRIKS-landene, nettopp fordi Brasil, Russland, India og Kina er land som vi vet kommer til å få relativt større makt i årene som kommer, og som er veldig viktig for Norge å forholde seg til.

I Venstres representantforslag om å sikre tilstrekkelig antall rekrutteringsstillinger foreslås det å legge til grunn et minimumstall for opptrapping av stipendiatstillinger i langtidsplanen for forskning. De siste årene har det vært en positiv utvikling i antall avlagte doktorgrader hvert eneste år. I 2003 hadde vi i Norge bare halvparten så mange doktorgrader per innbygger som Sverige, og vi var langt bak både Danmark og Finland. I 2012 fikk vi en rapport som beskrev behovet for doktorgradskandidater i det norske arbeidsmarkedet i årene fremover, og som ga vurderinger av andre forhold av betydning for innsikt om doktorer og forskerutdanning. Allerede to år etter rapporten Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020, uteksamineres det 200 doktorander mer årlig enn det som ble lagt til grunn i utredningen. Det er positivt. Likevel er det fremdeles behov for flere kandidater med doktorgrad, særlig innenfor områdene matematikk, naturvitenskap og teknologi, men også til en viss grad innenfor samfunnsvitenskap, medisin og helsefag. Jeg kan opplyse om at dette er dokumentert i nevnte rapport, som ble etterspurt av Fylkesnes. Det er slik i dag at vi i økende grad har behov for doktorgradskompetanse Før i tiden havnet doktorer stort sett på universitetet, men for at vi som nasjon skal lykkes med å bygge kunnskapssamfunnet, trenger vi kompetente kandidater flere steder enn i akademia. Det er en forutsetning for et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Derfor er det veldig bra at regjeringen i årets budsjett, i tillegg til å styrke budsjettene betydelig, foreslo å etablere en ordning med offentlig sektor-ph.d. Dette vil gjøre det lettere for offentlig sektor å definere doktorgradsprosjekter som belyser relevante problemstillinger i et samarbeid mellom akademia og offentlig sektor. I inneværende års budsjett ble bevilgningene til stipendiatstillinger styrket i forhold til forslaget fra den rød-grønne regjeringen, og det ble lagt spesielt vekt på økningen til de såkalte Etter snart ett år med ny regjering er det gøy for en representant som brenner over gjennomsnittlig for forskning, å registrere at det er flere gode grep som nå gjøres for å styrke kunnskapssamfunnet. I dag lovfester vi like rettigheter for studenter, slik at vi legger til rette for å kombinere studier med å få barn. I tillegg til endringene i universitets- og høyskoleloven har regjeringen nylig presentert en ambisiøs plan for norsk deltakelse i EUs 2020. Til høsten kommer regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som vil beskrive rekruttering generelt og stipendiatstillinger spesielt, for å nevne noe. Kanskje er det også sånn at man i neste stortingsperiode får mer enn én representant på Stortinget med doktorgrad. Nokre kommentarar knytte til dei tre sakene som er

auka satsinga på forskinga med reelt 6,7 mrd. kr, og den offentleg løyvde andelen har auka frå 0,79 pst. i 2005 til 0,92 pst. i 2013. Da er det ikkje rart at når komiteen går gjennom tilbod og etterspørsel fram til 2020, er tala allereie utdaterte når vi skal behandle det. Så eg vil seie at den nye kunnskapsministeren har kome til eit godt dekt bord. Når det er sagt, skal vi ikkje stoppe opp med det. Vi skal ikkje vere fornøgde med dette. Eg trur vi alle som sit i komiteen, naturleg nok ønskjer ei større satsing. Det som eg synest er litt slåande, er at vi er i ferd med å utvikle ei skeiv satsing. Representanten Vinje var inne på det i sitt innlegg, med ei tilvising til ei grunngjeving. Men eg meiner at vi kan ikkje ha det sånn at brorparten av satsinga på rekrutteringsstillingar berre skal gå til eitt område, spesielt retta inn mot folk med ein bestemt type kompetanse. Det meiner eg er ein for snever måte å tenkje også MNT-fag på. Vi må ha ei balansert tilnærming til dette. Også innafor dei problemstillingane som MNT-faga sysselset seg med, er det stort behov for både humanistar, samfunnsvitarar osv. Vi må ha ei breiare tilnærming til dette. Så ein liten kommentar til dette med innstegsstillingar. Som fleire av høyringsinstansane var inne på, er det sjølvsagt ei usikkerheit knytt til korleis dette vil påverke midlertidigheita. Eg trur nok at det er brei einighet i komiteen om at dersom innstegsstillingar fører til meir midlertidigheit, har den ordninga vore mislykka. Det gjeld også korleis desse stillingane skal passast inn i den allereie eksisterande stillingsstrukturen. Kva skjer med post.doc.? Kva skjer med dei andre typar stillingar som vi har? Så her har departementet ein jobb å gjere. Men innstegsstillingar strøymer også ut av langtidsmeldinga for forsking og er ein måte å ta vare på dei beste talenta på og sørgje for at dei får eit meir føreseieleg løp i forskinga. Det er mål som eg støttar heilhjarta. Jeg skal være så tydelig som

forslaget. Nå er det sagt ganske tydelig. Men jeg må si jeg reagerer når det nærmest lyder som at å være best, er likt med å ha doktorgrad. Hvor i all verden får man det fra? Man er jo best med hensyn til å kunne forske, å kunne spesialisere seg ved å gå i dybden på noe. Det er jo det det handler om når man skal ta doktorgrad, og da særlig hvis man er god på teori. Alle her, og i Norges land for øvrig, kjenner og husker den gode læreren som utgjorde en stor forandring for oss, når vi alle vokste opp og ble til noe her i verden – som kan utgjøre en veldig stor forskjell. Vedkommende hadde ikke nødvendigvis doktorgrad. Det handler jo ikke om det. Det handler om helt andre egenskaper. Ivar Frønes, som er sosiolog, og absolutt har doktorgrad og er en anerkjent forsker, sa noe veldig klokt på NHOs årskonferanse i vinter. Han snakket om at vi bruker feil begreper når vi snakker om utdanning. Vi snakker om høyere og lavere utdanning. Vi burde begynne å snakke om lengre og kortere utdanning. Både lange og korte utdanninger kan ha fantastisk god kvalitet. Det kan være helt i verdensklasse, selv om man har en kort utdanning. Det kjenner alle til som f.eks. har vært på en norsk industribedrift og vet hvordan fagarbeidere som leverer i verdensklasse, virkelig har et svært høyt nivå. De har ikke nødvendigvis doktorgrad, men de samarbeider kanskje med folk med doktorgrad. Det er det jeg mener med at vi er nødt til å ha en litt bredere tilnærming til hvordan vi ser på kunnskap og kompetanse, enn bare å se det som at de som har høyere utdanning, har såkalt større verdi enn dem som har såkalt lavere utdanning. Når det gjelder det å få folk med doktorgrad inn i skolen for å gjøre det helt tydelig – støtter Arbeiderpartiet å få flere av dem inn, men vi vil ikke være med på at det skal være ulik verdi knyttet til hva slags type utdanning man har.

å få flere med doktorgrad inn i skolen nå, representerer et dårlig syn på barn. Det synes jeg er en drøy påstand. Så er jeg hjertens enig i at våre barn skal ha det aller beste. Men spørsmålet er: Hva er det aller beste? Hvis vi går inn i en 1. klasse i dag – jeg har selv en førsteklassing på skolen – ser vi alt det de skal lære. Han/hun skal lære å knekke lesekoden, skal lære å knekke regnekoden og skal lære å knekke en lang rekke sosiale koder. Det er i det hele tatt utrolig mye en førsteklassing i norsk skole i dag lærer. Hva skal til for å hjelpe disse barna best mulig? Hva skal til for at vi får flest mulig med på lasset at færrest mulig av dem faller fra senere i skoleløpet? Hva skal til for at flest mulig lykkes, sånn at de ikke får behov for spesialundervisning senere, men får godt utbytte av den ordinære undervisningen? Det kan godt hende at en lærer med en doktorgrad enn en lærer med en fire- eller femårig høyskoleutdanning, men det er neimen ikke sikkert heller. Det er ikke sikkert at det på dette nivået i skolen er en doktorgrad som vil være avgjørende for om en lærer er en god eller en dårlig lærer. Jeg ønsker meg flere lærere med doktorgrad inn i skolen, men jeg mener at dette må ses i sammenheng med også andre karriereveier i skolen, og også i sammenheng med rekruttering av andre yrkesgrupper inn i skolen. Jeg ønsker meg ikke bare flere med doktorgrad, jeg ønsker meg også flere ingeniører med arbeidserfaring fra næringslivet. Vi må se helhetlig på dette. Jeg sier ikke at det er galt å ønske seg flere med doktorgrad i skolen, jeg sier ikke at det ikke vil bidra til å heve kvaliteten i norsk skole, men jeg mener det er naturlig å når regjeringen kommer tilbake med en sak til Stortinget, og at vi ikke nå sier at vi skal ha flere med doktorgrad, før vi behandler hele saken. Jeg må bare si at i representanten

når læreryrket i det norske samfunnet har hatt en autoritet som var ganske stor, var det knyttet til lærerens utdanning. Det betyr ikke at yrkesfagutdanningen er mindre verdt eller noe sånt, men det betyr at vi i dag ikke har klart å holde tritt med lærerens lengde på utdanning sammenlignet med lengden på utdanningen i samfunnet øvrig. Senterpartiet mener det er en «sykdom» at folk har lang utdanning. Det syns ikke jeg. Jeg ville aldri bruke «syke» knyttet til grader. Jeg syns det er en stor styrke at vi har et samfunn som strekker seg etter grader. På slutten av 1980-tallet klarte man å komme inn på lærerskole med 2,0 og 2,1 i snittkarakter. Det vet jeg, for jeg søkte på disse skolene på den tiden. Det var ikke noe bra for læreryrkets status. Det er de trendene vi skal snu. Da mener jeg at vi skal strekke oss etter mer kunnskap, og vi skal strekke oss etter å gi status til det å ha mer kunnskap og mer fordypning. Hvis man skal knekke lærekoden, må det være en drøm å ha en skole som f.eks. har en med doktorgrad i akkurat dette. Det må være en drøm for de andre lærerne å jobbe i et team med en lærer med Det må være helt fantastisk å sette sammen et lærerteam bestående av ulike kompetanser man kan jobbe sammen om. Jeg er glad for oppklaringen som kom fra representanten Aasen. Jeg tror det er måten vi snakker om læreryrket på, som er viktig framover – at vi faktisk skal snakke det opp gjennom å fokusere på kunnskap

stipendiatstillinger, er godt dokumentert i den rapporten som ble bestilt av den forrige, rød-grønne regjeringen med SV i Kunnskapsdepartementet. Den heter Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020, og den ble presentert i 2012. Der står det uttrykkelig at de er særlig store innen MNT-fagene, og det er rom for noe vekst i samfunnsvitenskap, medisin og helsefag. Dette er godt dokumentert, og det er ingen ting som tilsier at dette har forandret seg de siste to årene.

les: doktorgradsinnehaverne. Det er mange gode og kloke mennesker som har doktorgrad, men det er altså 90 000 lærere i norsk skole som ikke har doktorgrad, og som er kloke og gode mennesker. Når Venstres parlamentariske leder belærer salen om ikke å snakke læreryrket ned, snakker hun med dyp innsikt i øvelsen. Det er slik at vi har folk med treårig utdanning i skolen, vi har fireårig, og vi har en god del med mastergrad – femårig utdanning. Vi har kanskje også noen med doktorgrad. Vi har folk med etter- og videreutdanning, kurs i skoleledelse, fordypning i lesevansker, innsikt i atferdsutfordringer, osv. – som gjør en fantastisk jobb. At det sies fra denne sal at de kloke og de beste trengs også i skolen, mener jeg er å nedgradere, nedvurdere og nedsnakke de fantastiske menneskene som gjør en jobb i norsk skole i dag. Det er fantastisk med folk med doktorgrad. Mange av dem trengs for å lære opp dem som skal undervise i skolen i framtiden. Mange av dem trengs ved forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler. Noen kan sikkert også gjøre nytte for seg i grunnskolen. Men jammen er det mange uten doktorgrad som gjør en kjempeinnsats i norsk skole hver eneste dag. Det burde også partiet Venstre sette stor pris på. Det dirrar på forskjellig vis rundt doktorgrad her i denne debatten. Det er

høyrest kanskje trivielle ut for nokon. Men dei er ein del av samfunnsberedskapen vår, på lik linje med andre typar kunnskapsområde. Eg skal ikkje tvære ut diskusjonen for lenge, men eg må seie meg einig i at eg har sjeldan vore så overraska som eg var då eg fekk høyre diskusjonen om at doktorgradar er det aller, aller beste for barn. Sjølv likar eg veldig godt folk med doktorgrad, men dei er ikkje nødvendigvis gode lærarar, men dei er ikkje nødvendigvis gode lærarar, og det er ikkje nødvendigvis dette elevane treng. Her kan det vere mange forskjellige ting. Eit kunnskapssyn må ha ei breidd. Det er, sånn som eg som filosof oppfattar det, definisjonen på kva eit kunnskapssyn er, men vi kan ikkje låse oss til ein definisjon: Det er best for barna, og det er ikkje så bra.

er ikkje så bra. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 12, 13 og 14. Representantforslaget fra Audun Lysbakken og Snorre Serigstad Valen om umerkede graver på Ris kirkegård er en spesiell sak. På Ris kirkegård i Oslo er det en minnelund for anonyme urnegraver etter pasienter ved Gaustad sykehus som ble gravlagt i perioden 1965–1987. Historien bak disse gravene er ikke fullt Forslagsstillerne foreslår at Stortinget skal be regjeringen om å sikre navnene på de menneskene som ligger gravlagt i disse anonyme urnegravene på Ris kirkegård, samtidig som personvernet ivaretas slik at familiene kan få visshet og verdighet. Forslagsstillerne ønsker også at Stortinget ber regjeringen om å undersøke om det finnes flere lignende graver som på Ris andre steder i landet – for å kunne gi svar til familier som ikke vet hvor deres familiemedlemmer er gravlagt.

som nå er i arbeid under ledelse av Knut Vollebæk. Utvalgets arbeid skal avsluttes innen 30. mai 2015 og munne ut i en NOU. Vi er mange som håper at dette utvalgsarbeidet kan bringe fram ny kunnskap om et vanskelig saksområde. Som en del av dette arbeidet har historiker og statsstipendiat Per Haave forsket på saken. Han er så langt jeg kjenner den eneste forskeren som har full tilgang til pasientjournalene ved Gaustad sykehus. Ifølge hans forskning er det påvist at kun én av de 55 som er gravlagt anonymt i minnelunden, er av romanifolket. Haave understreker også at det ikke er noe som tyder på at de gravlagte har blitt utsatt for eksperimentell behandling eller sterilisering. Ifølge Haave er det ikke riktig å betegne dette som en massegrav. Gravene i minnelunden er anonyme graver og bør behandles deretter. Resultatene av

I statsrådens svarbrev vises det til forskrift av 10. januar 1997 nr. 16 til gravferdsloven § 19 annet ledd, der opplysninger om anonyme gravlegginger og personlige forhold er undergitt taushetsplikt. Komiteen har merket seg at taushetsplikten ikke er til hinder for at opplysninger kan gjøres kjent for dem det direkte gjelder. Videre har komiteen også merket seg at statsråden i sitt svarbrev presiserer at dersom det faktisk har skjedd gravlegginger i den anonyme minnelunden i strid med ønsket fra avdødes nærmeste etterlatte, er dette brudd på forutsetningene for anonym gravlegging. I slike tilfeller må etterlatte kunne få opplysninger om den gravlagte fra den lokale gravplassmyndigheten. Dette må vurderes konkret og avgjøres av gravplassmyndigheten lokalt. Det er en samlet komité som uttrykker forståelse for den uroen etterlatte kan sitte igjen med når de ikke vet hvor deres slektninger er gravlagt. Her må de lokale gravplassmyndighetene legge til rette for at de som mener seg berørt av fellesgraven, kan få svar på om deres familiemedlemmer ligger der, innenfor de rammer taushetsplikten legger. Samtidig legger komiteen til grunn at problemstillingen rundt umerkede graver blir belyst i tater-/romaniutvalgets arbeid og den påfølgende NOU, og at eventuell ny kunnskap om umerkede graver følges opp av regjeringen på en egnet måte. Det er en samlet komité som står bak innstillingen i denne saken og råder Stortinget til at Dokument 8:34 S for 2013–2014, representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Snorre Serigstad Valen om umerkede graver, vedlegges protokollen. protokollen. Til slutt vil jeg gjerne takke komiteen for et svært godt samarbeid om en vanskelig sak. Eg vil takke saksordføraren for eit veldig godt stykke arbeid i denne saka. Det er

som leiast av kyrkjeministeren gjennom eit utval – tater/-romaniutvalet – som i første omgang fekk ein tidsfrist, men som no er utvida. Arbeidet er rett og slett meir omfattande, så ein ønskjer å gjere ein djupare og betre jobb. I løpet av behandlinga av denne saka fekk vi også vite at ein gjer konkrete undersøkingar om kva som er tilstanden for desse massegravene, og massegravene, og dette er eit arbeid som vi i komiteen er spesielt interesserte i å ta tak i ved neste korsveg. Det er viktig å ta eit oppgjer med vår eiga fortid, ikkje berre av omsyn til dei etterlatne, men også til oss sjølve som samfunn, og eg er glad for at ein samla komité er einig i det.

Det blir også foreslått en nærmere undersøkelse av om det finnes lignende graver andre steder i landet. I min vurdering av saken har jeg vist til at gravene er anonyme graver, og at de også bør behandles som dette. Anonym gravlegging er en verdig form for gravlegging som anerkjennes. Valg av denne gravferdsformen tas av den som sørger for gravferden. Som regel er det etterlatte som står for avgjørelsen. Slik jeg har oppfattet det, var det helsepersonell ved Gaustad sykehus som tok valget om anonym gravlegging. Grunnen til dette kan ha vært at pasientene ikke hadde nære etterlatte som sørget for gravferden, eller at etterlatte ikke ønsket noe eget gravsted. Historiene bak den enkelte gravlegging kjenner vi ikke fullt ut. Dersom det har skjedd gravlegginger i strid med ønske fra avdødes nærmeste etterlatte, er dette beklagelig. Dette vil i tilfelle være et brudd med forutsetningene for anonym gravlegging. I så fall må etterlatte kunne få opplysninger om den gravlagte fra gravplassmyndigheten. Dette må vurderes konkret og avgjøres av gravplassmyndigheten lokalt. Når det gjelder problemstillingen rundt umerkede graver andre steder i landet, så fall må etterlatte kunne få opplysninger om den gravlagte fra gravplassmyndigheten. Dette må vurderes konkret og avgjøres av gravplassmyndigheten lokalt. Når det gjelder problemstillingen rundt umerkede graver andre steder i landet, viser jeg til komitéinnstillingen. Komiteen legger til grunn at dette blir belyst i tater-/romaniutvalgets arbeid og den påfølgende NOU-en til dette utvalget. Jeg merker meg ellers at det er en enstemmig komitéinnstilling i denne saken. Jeg

statsråd,

her, at vi planlegger for

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt tre forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Trine Skei Grande på vegne av Venstre. Forslag

alt tre forslag. Det er forslag nr. 1, fra Heidi Greni på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 2, fra Heidi Greni på vegne av Kristelig Folkeparti og Senterpartiet forslag nr. 3, fra Heidi Greni på vegne av Senterpartiet Det voteres

helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt tre forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Trine Skei Grande på vegne av Venstre.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning til noen av sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Sak nr. 19, Referat, er allerede behandlet. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.